narkotikautløste dødsfall i 2016, og de høye tallene har ligget stabilt på dette nivået gjennom hele den forrige regjeringsperioden. Det haster med nye grep på dette feltet. Arbeiderpartiet har derfor fremmet forslag om en ny overdosestrategi, et arbeid jeg håper regjeringen vil støtte opp under. For bak tallene finner vi mennesker, og rundt står foreldre, besteforeldre, søsken og venner som har mistet noen de er Til sammenligning omkom 107 på veiene våre i 2017, 107 for mange, men det er det laveste tallet på 70 år. Gjennom et målrettet arbeid har en de siste tiårene lyktes i å få ned dødstallene i trafikken. Det bør inspirere oss til å tro at det er mulig også å lykkes med en rusreform som kan få ned antallet som får livet sitt ødelagt eller dør Da må vi være åpne for ny kunnskap og kraftfulle tiltak. Blant annet trengs det en sterkere oppfølging etter at folk har kommet ut av institusjon. Vi vet at i den perioden er risikoen for overdosedødsfall betydelig høyere. En jobb å gå til, fritidsaktiviteter og et positivt sosialt nettverk er noe av det som må på plass. Men vi trenger også god nok behandlingskapasitet. Derfor bekymrer det meg at helseministeren på et skriftlig spørsmål om avrusningskapasiteten i Helse Sør-Øst etter avviklingen av avtalen med Borgestadklinikken ser ut til å mene at det er helt greit om dette nå resulterer i færre avrusningsplasser. Det gjør meg urolig, og det er ikke noe godt bidrag til å hjelpe flere ut av rusmisbruk. Mange av dem som sliter med rusmisbruk, har tidligere opplevd at samfunnet har sviktet dem. Vi har nå i fellesskap en mulighet til å stille bedre opp for dem som trenger det mest. Når denne stortingsperioden er slutt, håper jeg vi kan si at vi har gjort vårt for at ikke 282 nye skal ende i statistikken over narkotikautløste dødsfall hvert år. Miljøpartiet De Grønne er

og ideelle aktører – selv om vi naturligvis heller mest mot sistnevnte. Regjeringserklæringen signaliserer imidlertid et nytt steg i blå retning, og vi står i fare for å havne i en situasjon der markedsliberalisme blir sett på som et mål i seg selv, framfor at markedet ses på som ett av mange verktøy, og som bør brukes med måtehold. For å oversette et utenlandsk uttrykk: «Hvis du bare har en hammer, vil ethvert problem synes som en spiker.»

Vi må ta vare på naturen og de andre dyrene, vi må ta vare på framtidens generasjoner. Da er klokken blitt 22, og i henhold til Forretningsordenen § 34 ber presidenten om samtykke til å fortsette Stortingets møte til sakene på dagens kart er ferdigbehandlet. Samtykket anses som gitt. Denne debatten har handlet mye om de påstått økte forskjellene, diverse påstander om brutalisering og et kappløp om hvem som tror de er

retorikk. Vi kan vel trygt slå fast at det var en retorikk de ikke likte. Og hvorfor likte de den ikke? Det var fordi det var en retorikk som ikke var troverdig. Ta f.eks. påstanden om et kaldt samfunn med økte forskjeller osv.: Statistikken viser at det nesten ikke er noen endring i forskjellene i Norge over flere tiår. De få små økningene i forskjeller som man kan lete seg fram til, kommer først og fremst av økt innvandring og for dårlig integrering – en politikk venstresiden i denne salen har vært eksponent for i lang, lang tid. Vi som driver med politikk, vet én ting – det er at troverdighet vinner valg. Partier uten stor troverdighet gjør dårlige valg. Det er derfor den borgerlige siden har vunnet, det er derfor de tre partiene nå har I en debatt som dette er det veldig lett å skrive innlegg om hvor fortreffelig regjeringsplattformen er, og hvor retningsløs opposisjonen framstår. Jeg skal heller prøve å framheve noe positivt som har kommet fram i løpet av dagens debatt. Det er deler av plattformen som opposisjonen nesten ikke viet et sekund til å snakke om. En av disse er politi og beredskap. Dette har vært en debatt der det selvfølgelig flommer over av en slags påtatt kritikk på ulike felt, men her har de altså vært nesten tause. Økningen i midler og ansatte til politiet de siste fire årene har vært betydelig, pilene peker i riktig retning, hverdagskriminaliteten synker, tilliten til politiet holder seg veldig høy, beredskapen er betydelig forbedret, og PST la senest i går fram en ny trusselvurdering som viser at innsatsen mot ekstremisme faktisk hjelper. Ekstremister er fortsatt en trussel, men stadig flere av dem sitter bak lås og slå eller er under overvåkning. Opposisjonen er altså ganske taus om dette. Hvorfor er det et positivt tegn? Jeg mener vi skal tolke det i beste hensikt. Det kan tyde på at det faktisk er en tverrpolitisk enighet om at regjeringen over tid har levert godt på dette feltet, at innsatsen for politiet og sikkerhetsmyndighetene våre alt i alt har vært god. Det gir stabilitet, det gir ro og kontinuitet, noe jeg tror justissektoren vil tjene på i årene som

Det er alvorlig at så mange sier ja takk til arbeid og tjenester uten skatt. De som kjøper svarte tjenester, er med på å bidra til at useriøse og kriminelle firmaer har et marked å boltre seg i. Slagsiden er et brutalisert arbeidsliv, underbetalte arbeidere og tap av store skatteinntekter, noe som undergraver velferdsstaten vår. I den nye regjeringsplattformen er bekjempelse av arbeidslivskriminalitet på dagsordenen. Og til Arbeiderpartiet: Dette er ikke fine honnørord, det er vilje og handling bak ordene. Regjeringen har de siste fire årene hatt en god dialog og et godt samarbeid med partene i arbeidslivet. Det er satt i gang mange gode tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. For det er ikke bare opposisjonen som fører kampen mot arbeidslivskriminalitet, slik representanten Dag Terje Andersen hevdet tidligere her i kveld. Regjeringen vil også svart arbeid til livs og vil fortsette det målrettede arbeidet med å legge til rette for et godt organisert arbeidsliv og et velfungerende trepartssamarbeid. I de største byene, Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim og Kristiansand, har politiet, Skatteetaten, Nav og Arbeidstilsynet blitt samlokalisert i lokale arbeidslivskrimsentre for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Medarbeidere fra disse etatene jobber tett sammen og gjennomfører felles tilsyn, veiledning og kontroll av utvalgte bransjer. bransjer. Dette tiltaket har gitt veldig gode resultater, men mye mer må gjøres. Arbeidslivskriminaliteten er blitt mer omfattende og vanskeligere å avdekke. Derfor må arbeidet mot denne typen kriminalitet ha topp prioritet, med stadig nye virkemidler. Særlig bør nettbaserte tjenester underlegges mer kontroll. Mange opplever helt åpenlyst å få tilbud om ulike håndverkstjenester til svart pris. Arbeidslivskriminalitet er en trussel mot det gode arbeidslivet. I tillegg mister vi flere milliarder i skatteinntekter – inntekter som burde gått til skole, veier og helse. NHO og NHOs landsforeninger har fremmet seks hovedtiltak mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. De påpeker bl.a. at private må ta et større ansvar for å kjøpe hvitt, og ikke svart. En holdningsendring må til. Dette følges opp i regjeringserklæringen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Det gamle ordtaket er like aktuelt i dag: Heleren er ikke bedre enn

Videre vil regjeringen videreføre arbeidet med CO 2 -fond for næringslivet og forsterke og profesjonalisere innsatsen mot marin forsøpling ved bl.a. å øke støtten til ulike former for oppryddingstiltak. Det må også legges til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge. Den sterke befolkningsveksten, spesielt i byområdene, vil generere mer transport. Behovet for varer, tjenester og arbeidsreiser vil øke i takt med veksten. Det blir spesielt viktig å legge til rette for at flere kan gå, sykle og benytte kollektivtrafikken. Belønningsavtaler, bymiljøavtaler og byvekstavtaler er statlige ordninger som har nullvekst for persontransport med bil som overordnet målsetting, og blir fulgt opp i tråd med vedtatt nasjonal transportplan. Bruk av ny teknologi kan gi en markant reduksjon i transportmidlenes Klimavennlige transportmidler og drivstoff kan bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. I dag støtter regjeringen opp om innfasing av ny teknologi, bl.a. gjennom Enova. De teknologiske endringene forventes gradvis å utjevne forskjellene mellom transportmidlene når det gjelder miljø- og klimaegenskaper og transportsikkerhet. Dette vil kunne få stor betydning for hvordan de ulike I nasjonal transportplan 2018–2029 styrker regjeringen godstransporten slik at norsk næringsliv sikres gode konkurransevilkår, bl.a. ved å legge til rette for økt bruk av større kjøretøy, som modulvogntog. I planperioden vil regjeringen gjennomføre store investeringer på jernbane for å bedre påliteligheten og effektiviteten for godstransport på bane. Regjeringen legger også til rette for at mer gods kan transporteres på sjø og bane, spesielt på de lange distansene. Det opprettes en incentivordning for overføring av transport til sjø og tiltak som stimulerer til mer miljøvennlige og effektive havner. Regjeringen vil videre stimulere til å ta i bruk miljøvennlig transportmiddelteknologi, alternative drivstoff og effektivisere transport og logistikk. I løpet av ganske få år har nybilsalget endret seg. Tilbudet av elbiler og ladbare hybridbiler øker stadig, og prisene er på vei ned. Elbilens rekkevidde økes, og det forventes at nullutslippsbilene kan bli husholdningenes foretrukne transportmiddel. Hybridbilene hadde 31,3 pst. markedsandel i 2017, mens den i 2016 var 24,5 pst. Representanten Slagsvold Vedum sa i sitt innlegg tidligere i kveld at Jeløya-erklæringen er Representanten Slagsvold Vedum sa i sitt innlegg tidligere i kveld at Jeløya-erklæringen er en plattform for mer sentralisering. Jeg kunne ikke vært mer uenig. Etter å ha brukt fire år på å snakke om regjeringens distriktspolitikk og hvor dårlig det kom til å gå med distriktene når Høyre styrte, må det være vanskelig å være i opposisjon, og særlig i Senterpartiet, om dagen. For når vi gjør opp status etter fire år, ser vi at det er rekordlav arbeidsledighet i flere fylker, innlandet går godt, Nord-Norge realiseres som vekstmotor, og selv på Sør-Vestlandet, som ble hardt rammet av oljenedturen, går det bedre og fremtidsutsiktene ser lysere ut. Det er flere årsaker til at det går godt i distriktene. Et viktig moment er at regjeringen har lyttet til næringene selv. Vi har senket skattene som har gjort det vanskelig for norske bedrifter å konkurrere internasjonalt. Fjerningen av maskinskatten gjør det Satsingen på infrastruktur gjør det lettere å frakte varer rundt i landet vårt. Det er godt å se at regjeringsplattformen fortsetter det gode arbeidet fra de siste fire år. Regjeringen vil legge til rette for levende lokalsamfunn og vekst rundt i hele landet. For å få til det trenger vi lønnsomme arbeidsplasser, et næringsliv som er i stand til å ta vare på arbeidsplasser og samtidig skape nye jobber. Derfor er det bra at regjeringen vil prioritere de virkemidlene som kan styrke innovasjon og nyetablering i alle deler av landet, og det er bra at regjeringen vil desentralisere makt og gi kommunene og fylkeskommunene større myndighet og handlingsrom. Fra denne talerstolen kan det til tider virke som om distriktspolitikk kun handler om statlige tilskudd og tiltaksplasser, men Høyre og denne regjeringen Derfor satser vi på samferdsel, reiseliv, fiskeri, digitalisering og næringsutvikling, og derfor styrker vi koblingen mellom bedrifter og offentlige institusjoner. Velgerne gjennomskuet opposisjonen og ikke minst Senterpartiets svartmaling i valgkampen. Regjeringen ble gjenvalgt. Velgerne vil ha god distriktspolitikk, ikke masse distriktskritikk. Det handler ikke nødvendigvis om mer penger til alt, men om økt verdiskapning, flere jobber og grønn omstilling. Jeg ser fram til å arbeide med de gode løsningene, som sikrer levende lokalsamfunn og vekst i hele Norge. Det er bærebjelken i et bærekraftig velferdssamfunn. Som denne debatten har understreket, er

Erfaringene fra de fire foregående årene er at politikken har svekket hovedpilarene. Det er de mange små sprekkene som til slutt gjør at bærekraften brister. Regjeringen sier den ønsker et inkluderende arbeidsliv med høy organisasjonsgrad, men anerkjenner at mange velger å være uorganisert. Det er å snakke ut av begge munnviker. Svekkelsen vi nå ser i organisasjonsgraden og tegnene til en oppsplitting av organisasjonene, innebærer en svekkelse av fundamentet for et velfungerende trepartssamarbeid. Fortsetter utviklingen, kan det endre grunnlaget for lønnsdannelsen i Norge, hvor konkurranseutsatt sektor har vært i førersetet. Det har vært en forutsetning for vår evne til å ha god konkurransekraft, fordi lønnsveksten hviler på produktivitetsveksten. Da burde regjeringen hatt ett klart budskap: Det er viktig med sterke organisasjoner i arbeidslivet. I stedet varsler regjeringen uvilje til å styrke organisasjonene ved å redusere den økonomiske verdien av fagforeningsfradraget over tid. Arbeiderpartiet vil det motsatte. En annen fare for å svekke bærekraften i vårt velferdssamfunn er fallende deltakelse i arbeidslivet. I mitt hjemfylke, Østfold, er nå mot 66 pst. i landet som helhet. Det er alarmerende. Nyskaping og omstilling må bli mer enn ord. Vi må bygge opp under nye arbeidsplasser, basert på norske fortrinn, bruke målrettede virkemidler slik Arbeiderpartiet vil. Behovet for omstilling og nyskaping kom ikke med oljeprisfallet eller den elleville oljepengebruken i forrige periode. Norsk næringsliv har vært i omstilling stadig. Fra 2005 til 2013 ble det skapt 350 000 flere arbeidsplasser, to tredjedeler i privat sektor, og det under en global finanskrise. Det er helt riktig som statsministeren sier, vi trenger et mer inkluderende arbeidsliv og å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Vil man dette, må man ville virkemidlene, ikke fjerne virkemidler som kollektiv søksmålsrett. Å unnlate å bruke fagbevegelsen ute på arbeidsplassene så langt det er mulig for å avdekke juks og fanteri, er ikke bare å svekke kampen mot sosial dumping. Det er rett og slett dumt. Det rammer også seriøse bedrifter som vil følge regelverket og være allierte i kampen mot

i alle år, men har liten aktivitet på grunn av at fiskeflåten er borte. Det er dessverre mange kommuner langs den norske kysten som er i samme situasjon. Det går ikke så det suser i hele Nord-Norge. Loppa kommune er i dagens Kommunal Rapport spådd å bli avfolket i løpet av kort tid. Loppa ligger nær noe av det beste vi har av fiskeressurser, helt oppe i fjæresteinene. Det har vært en kultur for at en skulle klare seg på best mulig måte ut fra den ressurstilgangen en hadde. Det er ikke mange årene siden livet i Loppa var det gode liv å leve. Folk var lykkelige og klarte seg med litt kombinasjonsdrift – fiske og jordbruk. Det som var fint, var at hele familien var med, og man hadde en fin måte å rekruttere

I Loppa skaper slike signaler usikkerhet i en næring som trenger forutsigbarhet. Senterpartiet vil at fiskeressursene fortsatt skal eies av det norske folk i fellesskap. Vi vil forvalte ressursene og kvotene rettferdig og på en måte som ikke bidrar til sentralisering verken innad i regionene eller mellom landsdeler. Senterpartiet vil at fiskeri- og havbrukspolitikken skal utformes slik at den kan ivareta de rikspolitiske målsettingene om arbeidsplasser og bosetting i kystsamfunnene. Fiskerinæringen skal videreutvikles ved å bygge på fortrinnene vi har med tilgang på ferskt råstoff av høy kvalitet. Senterpartiet er opptatt av å legge til rette for økt videreforedling i Norge. Senterpartiet som gir fisken tilbake til de fiskeværene som fisken tilhører og har tilhørt i historisk tid. Det har nå gått 23 år siden Stortinget sist kuttet i et statsbudsjett. 1995 var siste gang statens utgifter gikk ned i forhold til året før. Jeg holdt på å si at så dyrt kan et OL være. Siden den tid har vi i stadig større grad levd av avkastningene av våre naturressurser. Vi har møtt de fleste utfordringer og kriser med å kaste penger – i praksis naturressurser – etter dem. I hvor stor grad vi har gjort det, beskrives kanskje best ved at om lag hele den økte sysselsettingen som har kommet siden 1950, er brukt til å fylle tomrommet etter økt fritid. Det kan ikke fortsette. For å kunne gjøre dette har vi gjort noe som vi ofte glemmer er en vesentlig del av den norske modellen: Vi har systematisk utnyttet alle muligheter til effektivisering og økt produktivitet vi har kunnet finne. Den frigjorte arbeidskapasiteten har vi benyttet til å øke vår velferd. Men hvert år siden 1995 har det vært vekst i statlige utgifter. Vi har i dag bare to møtende representanter og noen i regjering som husker sist gang det ble kuttet. Det føles som en naturlov at statsbudsjettet øker fra år til år, men treet vokser ikke inn i himmelen. Forskjellene i total naturressursbruk har egentlig vært små mellom partiene, men den potensielle byrden på private virksomheters rygg når det blir færre oljekroner å hente, har blitt stor. Nå endrer bildet seg framover. Regjeringserklæringen tar dette inn over seg og peker på det grunnleggende: flere må i jobb, og vi trenger flere lønnsomme bedrifter. Smak på det. «Lønnsomme». «Kommersielle» ville kanskje representanten Moxnes sagt med indignasjon. Men der kommer våre skatteinntekter fra – kommersielle suksesser. Kommersielle fiaskoer har bare fradrag. Stortingets opposisjon har virkelig ikke tatt dette inn over seg. Før de siste dagers forslagsbonanza var det levert 105 representantforslag. Sikkert gode forslag, men av disse er ni av ti større eller mindre utgiftsøkninger – fra små utredningskostnader til 100 mill. kr-klassen for kornlagring, bortfall av milliardinntekter for stopp av leteboring eller potensielle milliardutgifter til luftige Bare fire gir mulighet for reduserte utgifter, og det mest konkrete er å redusere opplæringskostnader og lønn til lærere. Det er konsekvensen av å fjerne de nye kompetansekravene. Det er en viss undring hos meg når man først problematiserer manglende kompetanse hos vikarene for de lærerne som er på kompetanseheving, for så å peke på at løsningen er å senke kompetansekravene. Dersom diagnosen er for lav kompetanse, er det mildt sagt merkelig å senke kompetansekravene. Ingen av forslagene gjør det lettere å etablere arbeidsplasser, men mange gjør det vanskeligere.

Vi må bruke alle muligheter til økt produktivitet for å skape ny velferd. Da kan vi skape de arbeidsplassene vi trenger for å gi et bærekraftig velferdssamfunn. Det peker denne regjeringserklæringen, Jeløya-plattformen, ut retningen for: flere jobber og et framtidstrygt velferdssystem. Jeg tegnet meg under representanten Christian Tybring-Gjeddes innlegg. Jeg gjorde det fordi han fortalte hva som er

Det synes ikke jeg man kan. Representanten var opptatt av innvandringsregnskapet, om hvorvidt mennesker lønner seg. Jeg er mer opptatt av flyktningregnskapet. Ifølge flyktningregnskapet i 2017 var 65,6 millioner mennesker på flukt fra krig, konflikt og forfølgelse. Noen av dem er palestinere. Representanten Tybring-Gjedde var også innom den konflikten i sitt innlegg. Han var opptatt av å nevne at palestinske selvstyremyndigheter er aktuelle kandidater for å oppleve kutt i støtten fra Norge. Det virker nesten som om Fremskrittspartiet mener vi bør følge etter USA her også – USA som etter å ha anerkjent Jerusalem som hovedstad i Israel, har bestemt seg for å kutte 512 mill. kr i støttemidler til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten.

Det i seg selv vil bidra til ytterligere å destabilisere et helt samfunn, og det bør bekymre representanten Christian Tybring-Gjedde. Siden anerkjennelsen av Jerusalem som hovedstad i Israel er 2 900 palestinere blitt skadet, og noen er drept. Disse «noen» er 16 år, 16 år, 15 år, 17 år, 28 år, og én er 30 år. Antallet husraid har økt. Antall husrivninger i okkuperte Øst-Jerusalem har økt. De som bor i de husene, blir ikke gitt et alternativ. Mange av dem blir heller plassert i fengsel uten lov og dom, seks måneder av gangen. I en slik situasjon trenger verden et Norge som i utenriks- og konsentrer seg om hva vi kan gjøre for å bidra, og hva vi kan gjøre for å løse konflikter for å bidra til å stabilisere, skape håp og hjelpe, ikke først og fremst å skape fiendebilder og tenke på oss selv. I bistandspolitikken kan man ikke si Norge først. Vi som sitter i denne salen er salen er så heldige at oppgaven vår er å bidra til at alle som bor i Norge, får et så godt liv som mulig. Vi er privilegerte, og vi har fått et stort ansvar. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå har fått en regjeringsplattform for et bærekraftig velferdssamfunn som legger til rette for nettopp det, at alle som bor i Norge, skal få et så godt liv som mulig, og at vi skal klare å bevare et av verdens beste velferdssamfunn også for de kommende generasjoner. Det som ligger mitt hjerte nærmest, er utdannings- og forskningspolitikken. Utdannings- og forskningspolitikken er et nødvendig premiss for å kunne løse de fleste av de hovedutfordringene regjeringen har pekt på. En viktig brikke i dette er å sørge for at vi får enda høyere kvalitet i høyere utdanning. Regjeringsplattformen er klar på at kvalitetsmeldingen for høyere utdanning og humaniorameldingen skal gjennomføres. Når langtidsplanen for forskning og høyere utdanning skal revideres, vil høyere utdanning få en rettmessig større plass der. Dette er viktige verktøy i arbeidet for å heve kvaliteten på høyere utdanning, som jeg gleder meg til å jobbe videre med. Andre viktige brikker er en videreutvikling av ordningen med sentre for fremragende undervisning og styrking av nasjonal arena for Norge er et langstrakt land med store avstander og variert næringsstruktur, og det er nødvendig å sikre hele landet et bredt og godt utdanningstilbud. Men Norge er samtidig et lite land, og det betyr at vi også må satse på å utvikle noen fagmiljøer til å bli verdensledende, og å satse på forskning og utvikling der vi har noen særlige fortrinn og behov. Jeg er glad for at regjeringsplattformen slår fast at det skal lønne seg å være en god underviser, og at undervisning skal være meritterende ved ansettelser og opprykk. Jeg er helt enig med Norsk studentorganisasjon i at dersom vi skal klare å få en kultur for kvalitet hvor ansatte arbeider sammen om undervisning, og hvor undervisning har like høy status som forskning, da må undervisningsarbeid være Å sikre god kvalitet i høyre utdanning krever også at vi gir studentene en god studiefinansiering og et godt velferdstilbud. Regjeringen vil fortsette å trappe opp studiestøtten til elleve måneder, og fortsette å sørge for at det bygges ut flere studentboliger. Det siste innebærer at vi også vil gjennomgå kostnadsrammer og tilskuddssatser for å sikre at vi får på plass de boligene som planlegges. Det er veldig spennende at det vil innføres en prøveordning med kombinerte omsorgs- og studentboliger. Dette har fungert godt i andre land, og jeg håper vi kan høste de samme erfaringene her. Sist, men ikke minst: Et viktig tiltak er styrking og oppfølging av studentenes psykiske helse. Jeg er veldig glad for at Venstre har gått inn i denne utvidete regjeringen, en regjering som har blitt enda bedre, ikke minst på utdannings- og forskningsområdet. Jeg håper vi kan fortsette det gode samarbeidet med Kristelig Folkeparti om kunnskapspolitikken og kvalitet i høyere utdanning også i denne perioden.

Vel, vi fikk en tydelig påminnelse om at statistikk og fakta handler om hva en måler, og om hvordan en leser det, bl.a. da SSB-saken sto på sist høst. Måler vi lokaldemokrati og desentralisering av makt med Fremskrittspartiet i førersetet, som liksom vil flytte makt fra embetsverket og sentralmakten, skårer regjeringen nemlig dårlig. Det går ikke så godt i landet vårt på dette området som det kunne gjort, om Senterpartiet var med og styrte landet. Venstre, som virker å være allergisk mot omkamper, må sitte med høysnue nå, når kommunereformen skal bli videreført. Blir eventuelle framtidige sammenslåinger noe mer frivillig dersom regjeringen har fjernet alt økonomisk handlingsrom? – Nei. Gir fylkessammenslåinger mening, selv med flere oppgaver, når arealet ikke ligner grisen – et areal ikke engang en viking hadde lagt

og en forutsetning for digitaliseringen flere ser for seg framover, er strøm – billig strøm. Dette fortrinnet ønsker nå regjeringen å utfordre. Vi har også vært vitne til konflikter i regjeringen mellom ministre i ulike departementer og nå også mellom ministre i samme departement. Ved kritikk av regjeringen får vi ofte spørsmålet tilbake: Men hva ville dere gjort hvis dere var i regjering?

Senterpartiet vil gi flere midler til kommuner og fylker, frie midler til lokalpoliti og til ambulanse og lokalsykehus. Vi vil ha et sterkt heimevern. Vi vil ha matproduksjon i hele landet og lokalt selvstyre. Vi vil ikke innføre avgiftsøkning over natten eller ha tidenes fest i oljepengebruk. Vi vil sikre forutsigbare kår for og regionale utviklingsmidler til arbeidsplasser og verdiskaping nær folk.

i 2004 eit halveringsmål, og den gongen var målet å koma under 6 000 dekar med omdisponert jord per år. Berre eitt år, i 2014, har me dei siste 20 åra nådd dette målet. Regjeringserklæringa frå Jeløya fortel oss at Høgre, Framstegspartiet og Venstre har vorte samde om at ein skal følgja opp jordvernstrategien, som har eit mål om at det årleg skal verta omdisponert under 4 000 dekar innan 2020. Då næringskomiteen hadde oppfølging av jordvernstrategien på sitt bord i går, fann i staden regjeringspartia ut at dei ikkje ville leggja fram ein oppdatert jordvernstrategi i samband med revidert nasjonalbudsjett til våren. Er det eitt punkt kor eg faktisk hadde trudd at Venstre skulle vore med og løfta denne regjeringa, var det innanfor jordvern – men slik vart det altså ikkje. at regjeringspartia no må fornya jordvernstrategien på grunn av fleirtalet på Stortinget. Det er naudsynt, av omsyn til både framtidig matproduksjon, mattryggleik og levande distrikt. Men dette skjer samstundes med at den same regjeringserklæringa fortel oss at kommunar og fylkeskommunar skal få større avgiftsrett lokalt og lokalt handlingsrom i arealpolitikken. All erfaring viser at kommunane ikkje maktar å stå imot når det kjem store bedrifter som lovar arbeidsplassar. Difor må ein styrkja evna som Fylkesmannen har til å sikra matjorda, ikkje svekkja ho, slik som denne regjeringa har gjort. Det er eit paradoks for meg at når det gjeld jordvern, som er uoppretteleg dersom areal først vert utbygd, meiner denne regjeringa at kommunane må få ha sjølvstyre, mens når det gjeld bl.a. kommunestruktur, eigedomsskatt

må ta omsynet til jordvernet meir på alvor i planprosessane. Om ein ser omdisponering av matjord i samanheng med nydyrking her til lands, vil folk kanskje leggja seg bakpå og tenkja at dette ikkje er så farleg. Men dette er inga unnskyldning. Skal dette fortsetja slik, vert det dramatisk for norsk sjølvforsyning ikkje er så farleg. Men dette er inga unnskyldning. Skal dette fortsetja slik, vert det dramatisk for norsk sjølvforsyning framover. Statsminister Solberg inviterte i sitt innlegg Stortinget til ikke å bruke for store ord for ikke å skape unødvendige avstander og forskjeller. Jeg vil replisere til statsministeren, via presidenten, at det særdeleshet hadde vært politisk ærlige med tanke på sine hensikter. Når vi leser regjeringsplattformen, har den flere alvorlige sider, selvsagt, men jeg velger å fokusere på det som jeg oppfatter som politisk svært alvorlig. Det er at regjeringsplattformen gjennomfører et grunnleggende angrep på organiseringen av vår velferdsstat. Den offentlige organiseringen og driften, som har preget hele utviklingen av vår velferdsproduksjon, med like rettigheter og null profitt som mål, utfordres på en grunnleggende måte gjennom regjeringserklæringen, grunnleggende måte gjennom regjeringserklæringen, for aldri har ønsket om at private skal overta velferden og helsetjenestene blitt formulert så tydelig fra noe høyreparti i etterkrigstiden i Norge som det denne regjeringserklæringen gjør. Lykkes de, vil Norge i løpet av noen år ikke være til å kjenne igjen, slik vi har kjent Norge på velferdssiden gjennom alle

nemlig at kommunene har kunnet velge mellom egen drift og eventuelt konkurranseutsetting. Det prinsippet skal nulles ut. Jeg håper at Stortinget, ved behandlingen av den konkrete oppfølgingen av en slik sak, selvfølgelig sier nei til dette. Videre skal de hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til konkurransevridning. er et annet eksempel på en helt ny måte å organisere velferden på. Alt dette vil bidra til en gradvis overtakelse av det av velferden som de private kan tjene penger på, mens kommunene og demokratiet vil bli sittende igjen med resten. Dette er høyrepolitikk slik vi har sett den i hele Europa, og som har ført til de store forskjellene i velferdsproduksjonen. For Arbeiderpartiet er

for at stadig flere står utenfor arbeidslivet, samtidig som flere bedrifter er bekymret for manglende rekruttering. Arbeidslivet preges av rask teknologisk utvikling og økt globalisering. Det gir endringer i næringssammensetning, i arbeidsoppgaver og økt krav til kompetanse. Bransjer og virksomheter i privat og offentlig sektor beskriver behov for flere fagarbeidere og unge som vil gjøre yrkesfaglig karriere. Ifølge framskrivninger fra SSB kan det bli en underdekning på 90 000 fagarbeidere i 2035. I år, i 2018, er det yrkesfagenes år. Da skulle en tro at ønsket var å høyne statusen til yrkesfagene. yrkesfagene. Det er ikke noe vi bare kan vedta. Vi må gjøre ord til handling. Da må vi styrke arbeidstakernes rettigheter, ikke svekke dem. Vi må øke fagforeningsgraden, ikke redusere den. Vi må høyne statusen til yrkesfaglærerne, ikke styre inn i en økende lærermangel. Vi må øke gjennomføringen i yrkesfaglig opplæring og sikre arbeidslivet etterspurt kompetanse i årene som kommer. Vi må løfte statusen gjennom at yrkesfag som attraktiv karrierevei videreutvikles. Allmennfagene i yrkesfaglig utdanningsprogram må formidles mer yrkesrettet. Det må satses mer på lærernes og elevenes tilgang til rådgivning og karriereveiledningstjenester. Vi må øke innsatsen for et seriøst og organisert arbeidsliv og bedre muligheten for kompetanseutvikling og språkopplæring, fordi attraktive arbeidsplasser hever statusen og kan øke motivasjonen til gjennomføring og til å velge yrkesfaglig utdanning. Svaret er ikke økt konkurranse med utenlandske bedrifter, mer midlertidighet og reduserte fagforeningsfradrag. Det er ikke ett enkelt tiltak som virker, men summen av i tett samarbeid med aktørene i arbeidslivet. Men da må man først erkjenne den virkeligheten ungdommene våre står i. Statusen til yrkesfagene må økes. Arbeidsplasser, sikkerhet og fordeling av verdiene i Norge blir av de store problemene som vi i stortingssalen skal løse de kommende årene. Til disse tre går det en rød tråd fra mat, landbruk og næringsmiddelindustrien. Allikevel ble ikke det nevnt med et ord da Erna Solberg presenterte regjeringserklæringen i går. For Arbeiderpartiet derimot er det klart at vi trenger en politikk som gir folk mulighet til å arbeide med matproduksjon i årene som kommer. Naturressursene våre skal forvaltes slik at også unge kan skape seg en framtid med å produsere mat uten å måtte bli forgjeldet av spekulasjonsdrevne høye eiendomspriser. Den norske modellen med Den norske modellen med praktisk og klok eiendomslovgivning bidrar til nettopp dette. Andre land ser til oss for å finne ut hvordan det går an å sørge for fordeling og verdiskaping. Skottland sliter med at store deler av landet er konsentrert på noen få eiendomskonserner og godseiere. Danmark sliter med en liberalisme som har ført til både antibiotikaresistens og forgjelding. En klok landbrukspolitikk skal gi arbeidsplasser og trygg mat, ikke ubegrenset bankprofitt og uønsket bakterieflora. Det er interessant at mange forskjellige folk legger merke til at vi lykkes i Norge. Da Bill Gates besøkte landet vårt, skrev han: Noe av det som imponerte meg mest under familieferien til Norge, var hvordan norske bønder har lyktes under utfordrende omstendigheter. Og jeg vil legge til: Det er hardt arbeid, ærlig innsats og resultat av en praktisk og klok politikk som har gjort det mulig nettopp å ta i bruk mindre ressurser, f.eks. på Vestlandet, der han var. Heldigvis tar stortingsflertallet ansvar. I går ble det gjennomslag i næringskomiteen for å sørge for å bedre sikkerheten til folk i Norge ved at regjeringen blir pålagt å starte opp arbeid med beredskapslagring av korn, og å legge fram en sak for Det er godt nytt for alle som er opptatt av matproduksjonen, sikkerheten og verdiskapingen i landet vårt. Det ansvaret skal vi fortsatt være med og ta i denne salen.

Eg hadde håpt at når Venstre kom inn i regjering, ville dei iallfall ta distriktslandbruket meir på alvor. Men Jeløya-dokumentet er berre ei stadfesting av at det kjem meir høgrepolitikk inn i landbruket. Det er flott at landbruksministeren er oppteken av lokalmat, auka lokalmatproduksjon og mangfald, ikkje minst som ei samhandling med norsk reiseliv. Men då må ein ha ein landbrukspolitikk i botnen som òg gjer at ein klarer å bruka det krevjande grasarealet i bratte bakkar på Vestlandet, som faktisk er noko av den viktigaste bakgrunnen for eit sterkt reiseliv. Det verkar som om honnørorda som vert brukte, om at ein skal få meir fridom, i praksis betyr at det skal opnast opp for meir import av utanlandske varer. Det skal Ein må ikkje gløyma at dei som verkeleg treng eit sterkt samvirke, er distriktsbøndene. Det er dei bøndene som har lang veg til marknaden. Representanten Tom-Christer Nilsen var oppteken av kostnader, av at ein måtte sjå korleis ein fekk mest mogleg att for midlane. Då er det på tide å tenkja på kor lenge ein skal bruka ekstra midlar for å byggja opp ein sterk konkurranse, i staden for å byggja opp sterke fyrtårn som kan ta opp kampen med importvarene. Kvifor skal ikkje bøndene få lov til å ha ei sikker og sterk marknadsregulering som gjer at dei får sikkerheit for inntekta si, som gjer at unge vågar å satsa i næringa og byggja seg opp ein sikker leveveg? Me må behalda odels- og åsetesretten som gjer at bøndene vågar å bøndene vågar å satsa på ei næring der dei veit at neste generasjon med sikkerheit kan få overta og byggja vidare. Då har ein heldt på ein kultur der ein skal levera garden over i ei betre forfatning enn han var i då ein sjølv overtok.

Høyre vil ikke ha det. Det noe utskjelte forsøket om statlig finansiering av eldreomsorgen i seks kommuner er foreløpig evaluert, og fra evalueringsrapporten kan man lese: «Det man kan si så langt er at verken gjennomgangen av statistisk materiale eller kvalitative observasjoner i kommunene gir et klart bilde av hvordan forsøket har påvirket kommunenes tjenestetilbud. tilskrives endringer i demografi og tilfeldige variasjoner. Noen kommuner trekker fram at de har etablert lavterskeltiltak. Det er vanskelig å hevde at dette er effekter av forsøket, ettersom tilsvarende satsinger også finner sted i kontrollgruppen bestående av kommuner som ikke er med i forsøket.» Ingen regjering kan love at man skal fikse eldreomsorgen med et knips. Det som duger, er at mange gode tiltak får virke sammen, at politikken rammer inn tydelige kvalitetskrav, at finanseringen understøtter målene, og at stat og kommune spiller på lag. Fremskrittspartiets metode har vært dårlig begrunnede direktiver fra et skrivebord i Oslo. De beste omsorgstjenestene vet vi blir utviklet i kommunene av dyktige fagfolk som kjenner sin befolknings behov, og der folk lever sine og der folk lever sine liv. Heldigvis har opposisjonen dannet flertall for en bedring av eldreomsorgen med fleksible virkemidler for kommunene, en kraftfull finansiering av dagtilbud for demente og nye boformer for å motta tjenester. Med vedtakene i dag får i det minste den nye eldreministeren flere konkrete prosjekter å jobbe med servert

og avfall, som plast i havet, og tap av naturmangfold er de største miljøtruslene i vår tid. Det er ikke tvil om at regjeringen vil føre en offensiv og framtidsrettet klima- og miljøpolitikk.

gjennomføre og forsterke tiltakene fra forrige periode. Klimapolitikken er basert på tre viktige mål. For det første skal vi kutte utslipp hjemme, for det andre skal vi gjennomføre tiltak som bidrar til vesentlige kutt globalt, og for det tredje skal vi omstille norsk økonomi for å skape vekst og nye arbeidsplasser. Norge skal være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet.

Vi har bestemt at elbilfordelene skal videreføres også i denne perioden, vi har et innblandingsmål for biodrivstoff og forsterkning inn mot 2020, vi satser på grønn skipsfart – elfergen er et eksempel for hele verden – det er en satsing på miljøteknologiordningen, og Forskningsrådet og Enova har sine satsinger. Plast i havet er raskt økende og

av plast. Men så må vi også hindre at plast sprer seg i naturen. Med en handlingsplan mot mikroplast, enten det er fra kunstgressbaner eller andre kilder, må det systematisk jobbes for å stoppe dette. Vi må ha bedre avfallshåndtering og utvikle vår avfallsbehandling mot en sirkulær økonomi i årene framover. Norges internasjonale lederrolle i arbeidet mot marin forsøpling skal styrkes. Så til slutt natur og naturmangfoldmeldingen: Vi skal ta vare på norsk natur. Med borgerlig flertall har vi fått et 10-prosentmål for vern av skog. Det skal videreføres. Det er nye planer på område etter område. Norge skal omstilles til et moderne og bærekraftig lavutslippssamfunn. Jeløya-plattformen er et godt verktøy for å gjennomføre denne

Det er liten tvil om at den nye klima- og miljøministeren ikke er enig med Stortingets flertall angående forvaltning av rovdyr. Sommeren 2016 ble det konstatert at bestandsmålet for ulv var overskredet, og det ble fattet vedtak om lisensuttak av ulv. Vinteren 2016–2017 ble en stor del av denne lisensfellingen stanset av Klima- og miljødepartementet fordi departementet la en gal oppfatning av Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven til grunn for sin klagebehandling. Dette førte til at Stortinget i mars 2017 instruerte regjeringen om hvordan Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven var å oppfatte. Et bredt flertall på Stortinget er enige om at det skal tas ut et betydelig antall ulv i Norge, siden antallet ulv er langt høyere enn bestandsmålet. I desember ble det gitt tillatelse til lisensfelling av ulv i Julussa- og Osdalsrevirene. Tidlig i januar ble jakten innstilt da 16 ulver var felt. Det antydes nå at det er flere ulv i revirene enn det som opprinnelig er lagt til grunn – minst fem–seks utover dem som allerede er felt. Som statssekretær Lunde uttalte, er det ulvene tilknyttet de to flokkene som skal tas ut. Dette må forstås slik at intensjonen var å ta ut begge flokkene i sin helhet. Senterpartiet forventer at regjeringen og den nye klima- og miljøministeren vil følge opp Stortingets bestandsmål for ulv, og at man vil tildele tilleggskvote og deretter lisensfelling på grunnlag av denne Det helhetlige bildet som avtegner seg, er at rovviltforvaltningen i dag i for liten grad tar hensyn til berørte lokalsamfunn og næringsutøvere, noe som bringer norsk rovviltpolitikk i vanry og skaper en rekke problemer for næringsdrivende og lokalsamfunn landet rundt. Senterpartiet forventer at den nye regjeringen og den nye klima- og miljøministeren følger opp de vedtak og bestandsmål som Stortinget har vedtatt.

Det kommer til å gå verst ut over de som trenger oss voksne mest når det gjelder de yngste, men det får selvsagt uheldige konsekvenser for alle som skal ruste seg for framtiden. Det er mye vagt og uforpliktende om høyere utdanning og forskning i regjeringserklæringen, men lite

Arbeiderpartiet står for mer klare ambisjoner, og vi legger pengene på bordet for å nå dem. Vi har løsninger på alle de punktene som jeg nå trakk fram. Vi budsjetterer f.eks. med 3 000 nye studieplasser, slik at flere får muligheten, og for at de som er utenfor arbeidslivet, kan få kompetanse til å komme seg inn. Studieplasser er en investering i framtidens næringer, teknologiutvikling og velferdsstatens profesjoner. Vi satser på nye forskningsprogrammer for IKT og datasikkerhet, profesjonsforskning og samfunnssikkerhet og beredskap, for å nevne et annet konkret eksempel, og vi sier at vi vil bygge 3 000 studentboliger. Vi har også en plan for investering i bygg og infrastruktur i universitets- og høgskolesektoren. Så oppsummeringsvis: Arbeiderpartiet investerer i alles kunnskap. Vi har en offensiv satsing i hele kunnskapskjeden, fra barnehage til høyere utdanning og forskning.

For å nå de ambisiøse målene må vi ha flere lærere, og vi må satse på lærerne. Gjennom å utvide videreutdanningstilbudet for lærerne sikrer vi oppdatert kompetanse i skolen, kunnskap som kan bidra til å stimulere de unge i en viktig læringsfase. For at lærerne også skal ha mer tid til å fokusere på elevkontakten, vil vi i tillegg redusere skolebyråkratiet. For barn i lavinntektsfamilier vil gratis halvdagsplass i SFO bidra til tidligere språkopplæring, noe som bidrar til utjevning av ulikheter senere i livet. For at kvaliteten i SFO og AKS skal være lik, uavhengig av hvor man bor, skal det satses på utarbeidelse av en nasjonal mal til rammeplan. Statsministeren la i sin tale i dag vekt på tidlig innsats fra 1. til 4. klasse fordi det er et mål at ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive og regne skikkelig. Da vil elevene også få glede av større satsing på teknologi og koding i skolen. For å fange opp elever som risikerer å falle ut av skolen på grunn av teoritunge fag, skal det innføres et nytt praktisk og arbeidsrettet håndverksfag som gjelder å bedre barn og unges mulighet til å ivareta egen helse, er jeg spesielt glad for fokuset på bedre seksualundervisning i grunnskolen. Jeg bidro selv til opplysningsarbeid for ungdom gjennom Medisinernes seksualopplysning da jeg studerte ved universitetet, og erfaringen jeg sitter igjen med, er at å formidle kunnskap om kropp, sykdommer, nye følelser og skam er viktig forebyggende arbeid. arbeid. I disse metoo-tider er det også viktig at barn tidlig lærer om kropp og om egne og andres grenser i trygge omgivelser. Norge trenger ny kunnskap for å løse nye utfordringer – det være seg innen klima, helse, skole, offentlig eller privat sektor. Kunnskap er grunnlaget for fremtidig verdiskaping og velferd, og derfor er det god grunn til å øke den offentlige forskningsinnsatsen utover 1 pst. av BNP. I et åpent samfunn er kunnskapsdeling viktig, og Jeløya-plattformen bidrar til dette ved å legge opp til mer åpen forskningsformidling. Når regjeringsplattformen tar sikte på å styrke og stimulere til flere

Det er den same mørkeblå politikken som har vore driven i fire år. Venstre har ikkje endra på dette, og det var ikkje uventa. Vi har fått ei ny blå-blå regjering som ikkje ser forskjell på det å produsera velferdstenester og det å produsera andre varer og tenester, som ikkje ser forskjell på produksjon av helsetenester og produksjon av skruar og som vil ha konkurranse som eit berande element for å få betre tenester og effektiv offentleg tenesteproduksjon, som slår fast at private tilbydarar skal konkurrera om å levera offentleg finansierte tenester på same vilkår. Vi har i fire år sett effekten av denne politikken. Vi har sterkt pressa offentlege sjukehus, der sengekapasiteten vert bygd ned. Vi har ein ideell sektor som taper konkurransen mot kommersielle tilbydarar, der kjøp og sal av barnevernstenester vert overordna det som er best for barnet, der trua på konkurranse og konkurranseutsetjing til og med er overordna behovet for nasjonal kontroll av grunnleggjande IKT-infrastruktur og trygg lagring av sensitive pasientdata,

ikkje nemnde med eitt einaste ord. Offentleg finansierte helsetenester er omgrepet som vert brukt, offentleg finansierte helsetenester som skal utførast av private. I regjeringsplattforma står det at regjeringa vil vidareutvikla innsatsstyrt finansiering, og at dei i samband med det vurderer å auka denne finansieringa. I dag er den innsatsstyrte finansieringa på heile 50 pst. Det beste med denne regjeringa er at ho ikkje har fleirtal. Det første nederlaget er allereie eit faktum. Opposisjonen har samla seg om ei anna politisk retning for sjukehuspolitikken. Helsekomiteen innstilte i går på å påleggja regjeringa å redusera innsatsstyrt finansiering frå og med statsbudsjettet for 2019, ikkje auka ho, slik det står i regjeringsplattforma. Det var eit prinsipielt viktig vedtak for å redusera marknadsrettinga i helsevesenet vårt. Eg trur at helsepolitikken i Noreg dei neste fire åra vert styrt frå Stortinget, og Senterpartiet er klare for å driva helsepolitikken i rett retning. Jeg er

ikke er tilfellet. Mange sier at metoo har vært en øyeåpner til dem, mens andre sier velkommen til kvinners virkelighet, dette har vi visst og snakket om lenge. Uansett om metoo har åpnet øynene våre eller bare synliggjort noe vi allerede visste, men ikke snakket høyt nok om, er det nå tid for å snakke sammen om veien videre. Hva gjør vi for å sørge for reell endring? For Kristelig Folkeparti bygger forståelsen av likeverdet mellom menn og kvinner på vårt menneskesyn: Hvert menneske har en ukrenkelig verdi og skal respekteres for sin integritet og individualitet, uavhengig av kjønn, alder eller funksjonsnivå. Kjønnsdiskriminering og trakassering er så alvorlig fordi det bryter ned andres integritet og verdighet som menneske. Når vi tar oss til rette overfor vår neste, gjør vi oss selv til herre over et annet menneske, og det har ingen av oss rett til. Som politikere og folkevalgte har vi et ansvar for å gjøre det trygt å varsle om slik adferd, og vi har et ansvar for å tilrettelegge for bedre forebygging og økt bevissthet rundt problematikken. Nå har vi to saker til behandling i familie- og kulturkomiteen der det fremmes en rekke tiltak, og jeg håper at regjeringen vil følge opp.

Kristelig Folkepartis talsmann for likestilling vil jeg understreke at vi verdsetter at regjeringen er tydelig i sin plattform på at de vil bidra aktivt til arbeidet mot seksuell trakassering. Det arbeidet begynner i våre egne rekker. Dernest må vi bruke de politiske verktøyene vi har til rådighet for å sørge for at kvinner og menns likeverd blir en praktisk realitet i hele samfunnet vårt. Regjeringen sier i sin plattform at de vil ha en for marin forsøpling. Det er veldig bra, og det støtter Kristelig Folkeparti fullt ut, fordi plasten er en trussel for liv i havet. Men vi vil også utfordre regjeringen – og Stortinget for øvrig – til å ha en nullvisjon mot seksuell trakassering, fordi det utgjør en trussel for likeverdet mellom menn og

jeg eller min forgjenger har gjort forsøk på å feilinformere Stortinget. Det er helt feil. Det brevet fra Arbeiderpartiet fra 2016 som det ble vist til, var et spørsmål om hvor stor andel av bruttonasjonalprodukt forsvarsbudsjettet ville utgjøre i 2020. Framskrivningene som ble gitt da, var basert på de framskrivningene for bruttonasjonalprodukt som Statistisk sentralbyrå gjorde da. Det ble svart at det ville ligge i Framskrivningene som ble gitt da, var basert på de framskrivningene for bruttonasjonalprodukt som Statistisk sentralbyrå gjorde da. Det ble svart at det ville ligge i spennet mellom 1,58 pst. og 1,71 pst. Så sa man at uansett hvilken av prognosene man valgte, ville BNP-andelen øke. Det var prognosene som forelå da. Denne typen prognoser gjør Statistisk sentralbyrå hver tredje måned. Da jeg fikk et likelydende spørsmål i forrige uke, brukte jeg dagens prognose som bakgrunn – den prognosen Statistisk sentralbyrå gjør nå. Den viser en lavere andel. Vi feilinformerer ikke, men vi forholder oss til de prognosene som foreligger den dagen vi får spørsmål. Jeg kan eksemplifisere hvor komplisert det kan være å lene seg på et slikt tall: Da tidligere forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide svarte i 2016, skulle økningen av forsvarsbudsjettet i 2020 være 7,2 Så forhandlet vi i Stortinget og økte det beløpet, slik at veksten med dagens tall ville vært nesten 8 mrd. kr. Likevel er andelen av bruttonasjonalprodukt i 2020 lavere med de prognosene som foreligger nå. Det som blir riktig når vi skal diskutere forsvarspolitikken og regjeringserklæringen, er at vi forholder oss til det som står der. Vi har sagt at vi skal bevege oss mot 2-prosentmålet, som vi har forpliktet oss til.

og sikkerhet i alliansen, i nærområdene våre, i Europa og i Vesten. I et moderne samfunn må man legge til rette for at folk er

Vi har full barnehagedekning i Norge. Vi har barnehager med høy kvalitet, høyt kompetente barnehagelærere og ansatte som bidrar til at barna får gode opplevelser, utforsker og veiledes i lek og læring. Regjeringen styrker barnehagesektoren ved å innføre kvalitetsreformer, språkopplæring, øke kravet til pedagogtetthet og styrke samarbeidet mellom skole og SFO for å gi barna en bedre skolestart. skolestart. Det er flere viktige punkter rundt barnehagesektoren som ikke er viet så mye oppmerksomhet, rett og slett fordi Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre er grunnleggende enige om dem – troen på private velferdsleverandører. I dag er resultatene fra tidenes største foreldreundersøkelse i norske barnehager lagt fram, og resultatene er helt klare: Foreldrene er mer fornøyde i de private barnehagene enn i de kommunale. Over 100 000 foreldre har deltatt i undersøkelsen, og de private barnehagene scorer høyest på absolutt alle spørsmålene. Mer tydelig enn det kan det faktisk ikke bli. De private barnehagene leverer i sum bedre kvalitet og høyere tilfredshet enn de kommunale. Da vil jeg oppfordre venstresiden i norsk politikk til å stoppe heksejakten på de private barnehagene. Det siste året har venstresiden, Rødt og SV spesielt, gått hardt ut mot de private barnehagene. I flere kommuner har de forsøkt å forby dem, og de har satt nedlatende merkelapper på de private barnehagene, som tross alt sikrer at familiene i dag har både valgfrihet, et mangfold av tilbud og reell mulighet til å få barnehageplass. De private velferdsleverandørene dekker halvparten av landets barnehageplasser, og vi burde rose dem for den innsatsen. Regjeringspartiene, Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre, står sammen om å sikre god Vi står sammen om å sikre et mangfold av tilbud i barnehagesektoren og foreldrenes rett til å velge for seg og sine barn. Jeg vil benytte anledningen til å rose de private barnehagene for å ha bidratt til en nasjonal dugnad for å sikre full barnehagedekning. Jeg vil rose de private barnehagene for at de leverer gode tjenester til landets barn, og jeg vil forsikre dem om at denne regjeringen vil fortsette å kjempe for likebehandling av offentlige og private aktører også i tiden framover. Det viktige for Fremskrittspartiet er at kvaliteten i barnehagene er god, at foreldrene er fornøyde, at prisen er lik, og at det fortsatt skal være full barnehagedekning. Jeg er stolt av at regjeringen har troen på at enkeltmennesket skal styre mer av sin egen hverdag, og at vi erkjenner at de private barnehagene har gitt et viktig bidrag i vanlige

leder av Arbeiderpartiet og partiets statsministerkandidat ved valget, var. Det var et innlegg med ganske oppsiktsvekkende uttalelser. Her er bare et par eksempler: Representanten Gahr Støre påpekte at det viktigste framover er å få flere i jobb, som en kritikk av manglende fokus på jobbskaping. Da lurer jeg på om representanten i det hele tatt har lest dokumentet, for omtrent hele erklæringen handler jo om nettopp det, og det er faktisk skapt 50 000 nye jobber det siste året. Representanten Gahr Støre snakket igjen om økende forskjeller, forskjeller som har vært svakt økende over mange år, hovedsakelig på grunn av økt innvandring. Og dette tas altså opp selv om forskjellene gikk ned det siste året, og vi kan være glade for at vi fremdeles bor i et av landene med minst forskjeller. Det ble også fremmet kritikk fordi regjeringsplattformen inneholder en setning om at regjeringen anerkjenner arbeidstakeres rett til å velge å være organisert eller ikke. organisert eller ikke. Det som ikke samtidig ble nevnt, var at det i innledningen til dette kapitlet framgår at regjeringen har stor tro på og støtter trepartssamarbeidet. Det er ganske historieløst av Arbeiderpartiet å skyte på Høyre for å ta til orde for at det skal være organisasjonsfrihet i dette landet. Representanten Margret Hagerup ga en god beskrivelse av dette i sitt innlegg for kort tid siden, så jeg skal ikke gjenta det her. Regjeringsplattformen har av flere representanter fra Arbeiderpartiet

Partiene har ulike løsninger på en rekke utfordringer i samfunnet vårt, noe som vi godt kan diskutere. Men det burde ikke være nødvendig å være så omtrentlig i omgangen med fakta og den politiske historien, heller ikke å mistro politikere fra andre partier og påstå at de har en skjult agenda og ikke mener det de sier. Det tror jeg vil styrke debatten og tiltroen til politikere generelt.

Og hva er det som nå skjer? Samtidig med at Venstre går inn i regjering, forsvinner makten over reguleringen av energi ut av landet. Får regjeringen det som den vil, er det EU som vil bestemme. Det er EU som ved konflikt vil bestemme hvordan kapasiteten på utenlandskabler skal brukes. Det er EU som vil bestemme fordelingen av inntekter, og hvordan de skal brukes. Vi blir også en del av utviklingen i EUs energiunion, EUs 5. frihet, med fri flyt av energi. EU har en ambisjon om maks 2 øre per kWh i forskjell i strømpris innenfor sitt område. Det vil føre til dyrere strøm i Norge. Norske forbrukere og norsk industri blir tapere – og ikke minst også det norske demokratiet. En etablerer et system der reguleringsmyndigheter i Norge er pålagt å følge EU, et system som forbyr norske politikere å gripe inn. Våre fremste jurister på grunnlovsjus er krystallklare: Dette er suverenitetsavståelse. Grunnloven § 115, som krever bruk av tre fjerdedels flertall, må benyttes i denne saken. Aksepterer Stortinget å bruke simpelt flertall her,

§ 115, som krever bruk av tre fjerdedels flertall. Det handler om våre felles ressurser. Det handler om å ivareta norske forbrukere, norsk industri og, ikke minst, å ta vare på det norske

kommunesammenslåinger. Svært mange av disse utredningene konkluderte med at det ikke var gevinst å hente ved å slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene. Kommunene stoppet derfor det. Av de 210 kommunene som gjennomførte folkeavstemning, sa innbyggerne i 145 nei. Dette medførte at Senterpartiet ikke fikk gjennomslag for sitt forslag om at tvangssammenslåtte kommuner skulle kunne Men vi fikk støtte til to viktige vedtak angående kommunesammenslåinger. I vedtakene heter det at eventuelle «kommunesammenslåinger i perioden 2017–2021 skal utelukkende bygge på frivillighet», og at «inntektssystemet for kommunene skal sikre likeverdige muligheter til å utvikle velferdstjenester til innbyggerne og ikke brukes som element i videreføring av kommunereformen».

har partiene Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, SV og Arbeiderpartiet satt fram et felles forslag om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet. De fire partiene har flertall i Stortinget, selv om enkelte regjeringspartirepresentanter kan se ut til å ha glemt det, når vi hører innleggene. Det er forpliktende for regjeringen i det videre planarbeidet med bygging av nytt regjeringskvartal. Regjeringskvartal i tre er viktig både miljøet, ny teknologiutvikling, økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Regjeringspartiene har så langt ikke flagget standpunkt når det gjelder forslaget om regjeringskvartal i tre, men de kan ikke gjemme seg bak at det allerede er valgt løsninger for prosjektet. I regjeringserklæringen fra Jeløya har ikke regjeringen valgt å ta stilling til disse spørsmålene. Det heter seg at regjeringen vil vurdere «en trinnvis og nedskalert utbygging av nytt regjeringskvartal».

fordi man har en regjering som virkelig satser på dette og setter av midler til det. Og så til representanten Kjerkol, som ikke mener at statlig finansiering av eldreomsorgen og pleie- og omsorgstjenestene i kommunene er en god ordning, og Jonas Gahr Støre, som sa at det var nesten ingen som mente at dette var bra: Da tror jeg dere bør reise til dem som har skoen på, og der hvor det trykker i de kommunene som er med i en statlig finansiering av eldreomsorgen. Både ledere og ansatte som jobber i disse kommunene, er svært fornøyde – og de må jo være gode ambassadører for om dette fungerer eller ikke. De er kjempefornøyde, og som en av lederne i en av forsøkskommunene sa: Jeg håper virkelig at vi kan fortsette med dette forsøket. Og som en annen sa: Jeg har ikke angret et sekund – ikke ett sekund – etter at vi ble med i dette forsøket. Det viser vel at det er en suksess. Jeg ser nå flere andre kommuner som ønsker å bli med i det samme prosjektet. Derfor er jeg glad for at at man skal sette i gang i flere kommuner, og jeg håper at det blir en realitet. Så en liten forklaring: Forslag nr. 3 er et forslag vi kommer til å støtte. Det er et forslag som regjeringen, slik jeg oppfatter det, og også regjeringspartiene, er opptatt av å se på og allerede er i gang med å se på. Derfor er det egentlig å slå inn åpne dører, men vi stemmer for forslaget nå, og så kommer vi tilbake til det. Jeg vet, etter min tid på

5180 Oslo – en grønnaktig blå farge som de siste årene har fart som en vind over hele landet. – Og da var jeg ikke bekymret lenger. Jotun sier i tillegg: «Blått er en farge mange har fått øyne opp for, og det skjønner vi godt!» Jeg er helt enig.

Så går man over på de to siste tredjedelene av talen, og da blir man veldig detaljert. Martin Kolberg var tydeligst på det. Da er det så elendig – helt ned til den minste detalj. Jeg må si det sånn at vi er heldigvis kommet dit hen at Arbeiderpartiets virkelighetsbeskrivelse, eller elendighetsbeskrivelse, ikke holder vann lenger.

fiskeri- og havbruksnæringen, som skal sørge for at all denne velferden som alle har snakket om i dag, skal finansieres. Den er glemt i denne debatten. Heldigvis har vi siden denne regjeringen tiltrådte, slått nye rekorder når det gjelder eksportverdi på både havbruk og fiskeri. Og til representanten Iversen fra Loppa: så på det som skjer i Loppa, og det er betydelig positiv utvikling der nå, særlig de siste to årene. Det er

Hvis det sammenlignes med Arbeiderpartiets program, er det altså 695 av det der. For alle dem som har syntes det var så vagt og uklart det som sto her, er det vel på nivå med det Arbeiderpartiet gikk til valg på når det gjelder dette. Det andre jeg synes er viktig å påpeke, er at det fortsatt er en del som går opp her og sier at ulikhetene øker under denne regjeringen. Det kan selvfølgelig være noen instrumenter og noen områder, men jeg er faktisk opptatt av at ulikhet ikke skal øke i vårt samfunn. men jeg er faktisk opptatt av at ulikhet ikke skal øke i vårt samfunn. Fjorårets debatt var opphetet, basert på at SSB da viste et hopp i Gini-koeffisienten. Da vi utfordret bl.a. SV på dette, svarte de at Gini-koeffisienten er det målet de har. Men da sa vi det som også SSB-forskeren sa, og da mente de det kunne være en engangsutvikling. Gini-koeffisienten for 2016 falt igjen. Det betyr at Gini-koeffisienten under denne regjeringen ikke har økt. Det internasjonale, fast bestemte målet på ulikhet betyr at ulikheten ikke har økt under denne regjeringen, og det bør man kanskje ta med seg når man med bred pensel slår fast noe som det altså ikke er forskningsmessig eller faglig grunnlag for. Til Martin Kolbergs innlegg: Jeg kan bare avlyse hele troen på at vi nå skal privatisere offentlig sektor eller sykehusene. Vi tror på offentlig finansierte og drevne sykehus. Vi tror det kommer til å være den aller viktigste delen av det, men vi tror at vi i randsonen rundt utviklingen av helsenæringen i Norge også må ha et samarbeid mellom offentlig og privat for å få det til – og det trodde jeg faktisk var noe av ambisjonen. Jeg har vært på så mange konferanser med bl.a. Jonas Gahr Støre, hvor han har stått og snakket om at vi skal bygge helsenæring som en stor vekstbransje for Norge. Ja, da må man ha et marked her hjemme. Har man ikke et marked, kommer man ikke til, ja, så blir det ingen næring. Da blir det kanskje gode pasienttjenester, men det blir ingen næring. Og det må man ta med seg videre. Så la være å mistenke andres motiver. Se på hva vi gjør: Vi får køene ned, vi behandler flere folk, og helsevesenet utvikler seg positivt under denne regjeringen. Det har vært interessant å følge denne debatten, selv om den

ene og alene skal gi resultater. Og så er det regjeringspartiene som tror på samspillet mellom offentlig og privat. Vi tror det er riktig og viktig, også innen velferden vår, å utnytte de ressursene og den kapasiteten vi har i det private markedet. Det offentlige har ansvaret, men det finnes altså private aktører som kan bidra til å levere har behov for i dag, og som vi helt sikkert også vil få behov for fremover. Det er grunn til å minne om barnehageforliket. Det har vært nevnt tidligere i debatten. Barnehageforliket hadde til formål å bidra til full barnehagedekning, og hva skjedde? Jo, en forutsetning for å realisere det målet var jo nettopp at man skulle likebehandle Man skulle sørge for lik finansiering og likebehandle offentlig og privat. Det var Arbeiderpartiet og SV med på den gangen. Nå er de ikke enig i det. Resultatene, som vi har fått presentert i dag, fra foreldreundersøkelsen for 2017, viser at foreldre gjennomgående er godt fornøyd – og kanskje best fornøyd – med det tilbudet som de private Så er det jo ikke slik at det er offentlige virkemidler som skal bidra til nye jobber og nye investeringer i næringslivet; det er gode rammebetingelser. Og et godt skatteregime er faktisk en helt vesentlig forutsetning for at vi skal få nye jobber også i fremtiden. Derfor var skattereformen i sin tid så viktig. Den var Arbeiderpartiet med formuesskatten på arbeidende kapital. Det ønsker regjeringen å videreføre, for det er faktisk ganske viktig å sørge for at norske bedrifter og norske bedriftseiere har konkurransedyktige vilkår og kan investere i nye jobber, slik at vi sikrer grunnlaget for vår velferd. Så det er noen forskjeller, heldigvis. Regjeringspartiene har tro på det private, vi har tro på entreprenørskapet, og vi tror faktisk at det er en del seriøse aktører der ute som kan bidra til at vi når de mål vi har for velstandsutviklingen i Norge, og at ikke de målene alene realiseres gjennom den diskusjonen og de vedtakene som fattes her, men gjennom en rekke beslutninger som tas ute i

mindretallsregjering, er at en ikke tillater en bevisst dobbeltkommunikasjon fra regjeringens side, at en ikke tillater at ett eller flere parti i regjeringen stadig vekk får lov til å gjøre én ting i regjering og så gjøre det stikk motsatte i Stortinget. Det er en avansert dobbeltkommunikasjon, og det har jeg prøvd å påpeke i debatten i dag. En må også forvente, enten det er den ene eller andre typen regjering, at en samlet regjering står rakrygget nok til å ta ansvar for de kompromiss som blir inngått, enten de blir inngått i et budsjettforlik eller i en regjeringserklæring. Det har vært en nokså generell debatt på en måte, med mange generelle vendinger, og jeg tenker ofte når jeg hører slike debatter, at noen av innleggene blir så generelle at jeg tror nesten hele salen kan være enig i det som blir sagt. Men det er også ganske tilslørende mange ganger. Og da blir jeg litt overrasket når statsministeren nå på slutten sier at vi må ikke si at regjeringsplattformen er for generell, men samtidig sier hun til Martin Kolberg at vi må ikke bli for konkrete heller, for da tolker vi regjeringen på et grunnlag det ikke er lov til å gjøre. Slik kan det heller ikke være. Vi må få lov til å ta på alvor det som står. Derfor tar Senterpartiet på alvor det som står om eierforholdene i landbruket, og vi mener at hvis det blir realisert,

men risikoen er jo at vi, hvis vi blir for generelle, da også blir beskyldt for å være for generelle, så vi tar på det alvor. Det er ikke slik at det å bruke offentlige anskaffelsesregelverk – det kan vi gjøre for å heve miljø og kvalitet – på en måte er det samme som å likestille offentlig og privat sektor konkurransemessig. Det ligger sjølsagt noe helt annet og langt mer i en slik sammenheng. Så skulle jeg også sagt litt om lærerne,

Fra Venstre har vi i SV blitt utfordret på om vi er for en human flyktningpolitikk og om vi har lyst til å få til en bedre klimapolitikk. Det er altså en utfordring fra et parti som har valgt å gå inn i regjering med Fremskrittspartiet. men vi hører fortsatt tiltak som ikke går på å utjevne forskjeller som er helt grunnleggende hvis vi skal få mindre barnefattigdom, at færre unger vokser opp i fattigdom i Norge. Vi hører fortsatt at regjeringspartiene ønsker mer behovsprøving, og det trekkes fram gratis kjernetid i barnehagen, som i Oslo og andre steder har vist seg som en full fiasko. Tre av ti av dem som har krav på gratis kjernetid i barnehagen, benytter seg ikke av det. Man har ikke greid å treffe dem. Det er behov for universelle ordninger. Så hører vi altså fra statsministeren at ulikheter ikke vokser, når det er grunnleggende enighet fra samtlige forskere om at ulikheter vokser i Norge. Det kan man bruke ulike måter å se på. Man kan se på Gini-koeffisienten, men man kan også se på inntektsfordeling og formuesfordeling. Der ser vi at de rikeste har en større andel av inntekt og formue, vi ser at gapet mellom dem som tjener mest og minst, har økt, og forskjellene har økt de siste tre–fire årene. Så registrerer jeg også at statsministeren mener at ulikheter ikke skal vokse, men det er altså ikke et mål at ulikheter hvor de rikeste nå drar fra – skal reduseres. Det er et mål for SV. Når det gjelder klima, har vi også fra den nyutnevnte statsråden med ansvar for miljø og klima fått en oppramsing av vedtak som Stortinget allerede har fattet. Jeg kunne ikke høre noen nye initiativer på det området, men vi har fått en skrinlegging av målene i klimaforliket. I utenrikspolitikken er det Norge først og lite solidaritet, og fiskeriministeren har åpenbart gått på så mange politiske nederlag den siste tiden at han måtte bruke to av sine tre minutter på å SV har både i høst og allerede i dag fått gjennomslag for mange av våre forslag og ny politikk. Vi har fått flertall for en mer rettferdig pleiepengeordning, vi skal utrede konsekvensene for Norge av et atomvåpenforbud, pengestrømmene i selskaper som leverer velferdstjenester, skal granskes, og sånn kunne jeg holdt på. Jeg ser fram til å invitere dette flertallet til fortsatt å sørge for en mer rettferdig og miljøvennlig politikk.

men valde medveten å bruka taletid på eit heller dårleg forsøk på populistisk, omtrentleg fargelegging. Eg kan roa Gahr Støre og andre som er språkleg forvirra, med at Venstre har grønvaska ei regjering som allereie var monaleg grøn etter fire års samarbeid med Venstre. Den blå-grøne regjeringa skal oppfylla klimaforpliktingane Noreg har teke på seg. Me skal ta vår del av ansvaret me har for å løysa klimautfordringa, og ikkje minst føra ein politikk som hjelper norsk næringsliv og norske arbeidsplassar til å verta vinnarar i det grøne skiftet. Eg stussar over at ein vel ikkje å sjå alle dei konkrete tiltaka i erklæringa.

Når ein angrip Venstre i arbeidslivspolitikken, må ein rota fram eit gamalt sitat om LO, teke heilt ut av samanhengen. Inkluderingsdugnad er ei av hovudsatsingane til regjeringa – gjera det lettare å få seg jobb for alle, både Å ha solidaritet med dei som står utanfor arbeidsmarknaden, og dei som har valt å ikkje vera organiserte, er ikkje brutalisering eller angrep på fagrørsla, men omsorg for dei som ikkje ei sterk røyst har. Betre grunnlag for at fleire vel å organisera seg enn å sikra at fleire kjem inn i arbeidsmarknaden, er det vel Avslutningsvis varslar eg at Venstre kjem til å røysta for forslag nr. 3, vedkomande nye finansieringsformer for

Fra regjeringen har det kommet påstander om at opposisjonen har brukt mest tid på å kritisere regjeringen. Det er altså en debatt om regjeringens tiltredelseserklæring. Jeg har ikke brukt tid på å snakke om at det er fint at det blir utvidet pappaperm. Det er mye innen miljø, til representanten Breivik, som er bra; vi bruker ikke så mye tid på det. Det er jo retningen vi er ute etter å se her. Det er en del områder hvor man kan si det og ville det, og så kommer spørsmålet: Gjør vi det? Vil vi ha et organisert arbeidsliv med trepartssamarbeid, må det være parter som er representative. Når vi ser at partene svekkes, og til og med NHOs leder sier at det er urovekkende at organisasjonsgraden faller, er det interessant at statsministeren kaller høy organisasjonsgrad en konkurransefordel. Allikevel er det tiltak her som trekker i motsatt retning. Da er det vår oppgave å si fra om det. En annen politikk ville satset mer på det. det. Det skapes jobber i et Norge hvor konjunkturene snur. Det er bra, men andelen av oss som jobber, har falt, og er den største trusselen mot det vi skal forsøke å få til. Da er det vår jobb å si at universalnøkkelen skattekutt ikke gir resultater. Det er politikk som er kommet for sent, og det tydeliggjøres ikke hva den betyr. Statsråd Sanner sa i dag at tiden nå er kommet for å bekjempe utenforskap. Den skulle ha kommet tidligere.

men når den bærende setningen på side 30 i Jeløya-erklæringen, jeg har lest den, sier at man skal sidestille private og offentlige tilbydere for å løse velferdsoppgaver, er det noe mer. Da er det ikke å få en aktiv helseindustri som kan levere til norsk helsevesen og samtidig levere internasjonalt. Det er noe mer. Dette er retningsvalg, og derfor er denne salen spennende. Kristelig Folkeparti har nå markert seg som et uavhengig opposisjonsparti i sentrum. Vi har flere vedtak i dag som trekker i en annen retning, og vi kommer til å utfordre denne politikken som ikke handler om private i randsonen, men om kommersialisering og privatisering på områder som gir dårligere tjenester og økte forskjeller. Arbeiderpartiet står bak og støtter de fem forslagene som ligger i salen i dag. De er også uttrykk for en ny retning. Det jeg er

men det er litt spesielt når Arbeiderpartiets leder og parlamentariske leder Jonas Gahr Støre må gå opp her og forsikre at Arbeiderpartiet fortsatt er for privat næringsliv. Det er grunn til å synes at det er litt oppsiktsvekkende at et parti som har vært opptatt av den nordiske velferdsmodellen, som er en miks av privat og offentlig virksomhet, nå må gå opp og slå fast at man faktisk er for det private næringslivet.

for dem som var med på å bygge opp barnehagesektoren, som nå altså får toppscore blant foreldre, og som er et etterlengtet tilbud som vi fortsatt må ta vare på. Regjeringen har presentert seks hovedutfordringer i denne regjeringserklæringen, og jeg opplever at de aller fleste stiller seg bak dem. Noen sier at det er for sent, og noen sier at det er for lite, og noen sier at det er litt feil retning, men som regjeringen legger opp til, er det enighet om. Representanten Arnstad har drevet med – jeg holdt på å si – forskning på parlamentarisme og utviklet nye modeller for hvordan denne regjeringen opererer. Vel, nå er det altså dag én der den nye, utvidede regjeringen er til debatt i salen. Vi har fem Jeg kan da berolige alle med at også Høyre vil støtte forslag nr. 3 og stemme mot de fire andre. Dermed har den nye regjeringen så langt full score – vi er enige om alt så langt. Regjeringens plattform er

de ideelle aktørene. Store konserner med milliarder i ryggen har altså tura inn i barnehagemarkedet og profitert grovt på skattepenger og foreldrebetaling, og det har vært en klar nedgang i andelen private ideelle barnehager i samme periode og en vekst i de private kommersielle. Så har vi sørget for det fortsatt skal være mulig å kunne drive private ideelle nonprofitbarnehager i Norge ved å sette ned foten for de kommersielle konsernene og da rydde rom for mangfoldet som de private ideelle representerer, som de borgerlige, det vil si i hvert fall Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre, ikke har brydd seg særlig mye om de siste ti årene. De som snakker om ideologiske skylapper, burde se på hva disse partiene vedtok i Oslo, med et forbud mot enhver ny kommunal barnehage. Det fikk vi opphevet da vi vant valget for to år siden. Nå er det fritt fram for nye kommunale og nye private ideelle barnehager, men profittbarnehagene stanser vi, fordi vi ønsker at og ikke havne på Cayman Islands eller hos eierne av Norlandia eller lignende kommersielle konserner. I går var den såkalte kaksedagen. Det var den dagen i året hvor topplederne har tjent inn det folk flest tjener på et helt år. I år tok det topplederne 21 arbeidsdager å tjene en hel, vanlig årslønn. Den rikeste prosenten i Norge eier en femtedel av formuen, den øverste, rikeste promillen eier 10 pst. av all formue. Samtidig så vi at over 100 000 barn vokser opp i fattigdom, og at de lavest lønte 10 pst. ikke har hatt reallønnsvekst de siste ti årene. Dette er ikke et samfunn med små forskjeller, som skal bevares, det er et samfunn som roper på forandring og på en politikk som kan redusere forskjellene, og ikke øke dem, sånn som vi ser med de borgerliges målrettede skattekutt for de rike og angrep på felles velferd.

av mange nye lærere i tråd med lærernormen som Stortinget nå har sluttet seg til, som skal gi mange flere elever tilgang på skolens viktigste ressurs, som er læreren. For Kristelig Folkeparti handler dette om å velge løsninger som fremmer menneskeverdet, og som er offensive i kampen mot ulikheter i et samfunn som fortsatt skal være forankret i vår kristne og humanistiske kulturarv. Så er vi glad for at vi i dag ser ut til å få flertall for å kunne stoppe utvidelsen av søndagshandelen, og flertall for tiltak mot reduksjon av et av de største problemene som vi har i vårt samfunn, nemlig forholdet til alkohol. Kristelig Folkeparti vil velge en konstruktiv rolle i opposisjon, plassert i sentrum av norsk politikk. Det betyr at vi ønsker gode, konstruktive samarbeidsløsninger med alle partier der vi kan få gjennomslag for vår politikk, noen ganger sammen med regjeringen og andre ganger sammen med de andre opposisjonspartiene. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1. Da er Stortinget klar til å gå til votering.
Jeg

Stortinget klar til å gå til votering. Under debatten er det satt frem i alt fem forslag. Det er forslag nr. 1, fra Knut Arild Hareide på vegne av Kristelig Folkeparti forslag nr. 2, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt forslag nr. 3, fra Jonas Gahr Støre på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og

Presidenten vil foreslå at erklæring fra regjeringen holdt i Stortingets møte 30. januar 2018 vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt. Det foreligger ikke noe referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.